Eldre har vore isolerte frå sine næraste. Mange bedrifter mista innteninga si, og arbeidsløysa steig til det høgaste nivået på fleire generasjonar. Etter som smitteverntiltaka verka og smittespreiinga vart redusert, vart tiltaka gradvis trappa ned. I fasen med opning av samfunnet att har regjeringa prioritert barn og unge og arbeidsliv. Seinsommaren har vist at det framleis er fare for oppblussing av smitte med fleire lokale smitteutbrot. Dei langsiktige konsekvensane av pandemien kjenner vi enno ikkje omfanget av. Noreg og verda står framleis i ein krevjande og usikker situasjon. Vi må vere førebudde på nye utbrot. Mykje er gjort for å skape tryggleik for arbeidstakarar og bedrifter og for å unngå ein endå kraftigare økonomisk har saman med gjenopninga lagt til rette for at aktiviteten i norsk økonomi har teke seg opp igjen. Arbeidsløysa har falle raskt, men framleis står for mange utan jobb. I mai la regjeringa fram strategien for Noregs veg ut av krisa: skape meir og inkludere fleire. Tiltaka skal bidra til at fleire kjem tilbake i jobb, at det blir investert meir i klima- og miljøtiltak, at vi satsar meir på utdanning og kompetanse og inkluderer fleire i arbeidslivet. I handteringa av covid-19-pandemien er det teke ei rekkje avgjerder på kort tid og med stor usikkerheit. Det har vore naudsynt å justere nokre av dei undervegs. Med dagens kunnskap kunne enkelte avgjerder vorte annleis. Regjeringa vurderer det likevel slik at dei overordna vala som vart tekne, var riktige då. Virusutbrotet har vist kor viktig det er med eit godt internasjonalt samarbeid og sterke internasjonale organisasjonar. Noreg er ein pådrivar i det internasjonale arbeidet med å etablere mekanismar som skal sikre tilgang til og rettferdig fordeling av vaksinar. Noreg er valt inn i FNs tryggingsråd frå januar 2021 til desember 2022. oktober i år begynte vi som observatør. Noreg vil særleg leggje vekt på bruk av fredsdiplomati, inkludering av kvinner og vern av sivile og arbeide for at klimarelaterte sikkerheitstruslar blir drøfta i Tryggingsrådet. Regjeringa har lagt fram ein ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det siste året har Noreg delteke i militære operasjonar i Afghanistan, Irak og Mali. Den nye etterretningstenestelova som vart vedteken i juni, kjem til å styrkje den sjølvstendige etterretningsevna vår. Noreg har hatt ei feilaktig praktisering av reglane for å ta med sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg til eit anna EØS-land. Mange har fått urettmessige tilbakebetalingskrav retta mot seg, og enkelte har også vorte melde og dømde. Hausten 2019 oppnemnde regjeringa eit eksternt utval som har granska saka. Læringspunkt frå utvalet blir no følgde opp. Frå 1. januar 2020 har 19 fylke vorte til 11. Eit viktig mål med regionreforma er større fylkeskommunar med auka kapasitet og kompetanse til å ta seg av på ein betre måte. Denne hausten tredde fagfornyinga i kraft, og innføringa av nye læreplanar for grunnopplæringa og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring starta. Regjeringa vidarefører satsinga på kompetanseutvikling for lærarar i barnehage og skule og har styrkt kapasiteten i høgare Gjennomføringa av politireforma har styrkt kvaliteten på politiet sitt arbeid. I løpet av snart sju år har regjeringa auka bemanninga i politiet med om lag 2 500 årsverk. Regjeringa har lagt fram ein nasjonal helse- og sjukehusplan for 2020–2023. Vidare har regjeringa lagt fram forslag om ei ny lov om Lova skal vere med på å styrkje og leggje til rette for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Regjeringa har også lagt fram ein handlingsplan for allmennlegetenesta med ein forpliktande opptrappingsplan for perioden 2020–2024. Frå 1. september 2020 vart barnetrygda for barn under seks år auka med Auken er med på å styrkje familieøkonomien og betyr mest for familiar med låg inntekt. Regjeringa har lagt fram endringar i barnevernlova for å styrkje kvaliteten på arbeidet i barnevernet og styrkje rettstryggleiken til barn og familiar. I april inngjekk regjeringa ein jordbruksavtale med næringa, etter ei forenkla forhandling. Aktiviteten innanfor bygging og vedlikehald av veg og jernbane er framleis høg, og arbeidet med jernbanereforma held fram. Konkurransane om jernbanetrafikken kjem til å gi reisande eit betre tilbod. Noreg var det tredje landet i verda som melde inn eit forsterka klimamål under Parisavtalen. Noregs forsterka er å redusere utsleppa med minst 50 pst. og opp mot 55 pst. samanlikna

Deres Kongelige Høyhet, Deres Majestet, medrepresentanter! Kronprinsregenten åpner det 165. storting. På nytt tar folkets valgte representanter sete i denne sal for å ta fatt på de store oppgavene vi er betrodd å løse. Årets åpningsseremoni vitner om at vi er på vei inn i en annerledes stortingssesjon. Vi er færre til stede, og pleksiglasset som beskytter oss mot hverandres pust, er et synlig bevis på den nye virkeligheten. Forrige stortingssesjon var den mest uvanlige vi har hatt i fredstid. Det norske samfunnet, hver og en av oss, kommunene, statsmaktene – vi – ble satt på prøve. Som folkevalgte har vi fått tillit til å ta store og viktige beslutninger på vegne av det norske folk. Det medfører ansvar for å oppfylle våre forpliktelser på en ordentlig måte hver dag. Vi er også valgt i tillit til at vi har evne og vilje til å håndtere det uventede når det er nødvendig. Tilliten til oss styrkes av det jeg mener vi viste da usikkerheten var størst i vår. Vår politiske kultur har en kjerne av samhold – ikke et samhold som utvisker uenigheter, men et samhold som gjør det mulig å finne felles løsninger når det kreves. Krisen fordret hardt arbeid. Stortinget agerte raskt og fikk behandlet mange og viktige saker på kort tid. Den skapte vanskelige avveininger og behov for ekstraordinære tiltak både politisk, formelt og praktisk. I krise settes våre varige verdier på prøve. Alt vi gjør, må bestå testen overfor våre konstitusjonelle og demokratiske standarder og fremfor alt overfor befolkningen, som vi er her for. Folkets tillit til myndighetene er stor, og den kan se ut til å ha blitt styrket gjennom koronakrisen. Men vi verken ønsker, trenger eller fortjener blind tillit. Det får vi heldigvis heller ikke. Folkets fortsatte tillit er avhengig av at vi evner å lytte til råd og ta hensyn til begrunnet kritikk. Vi må klare å ta de vanskelige diskusjonene som skal til for å finne de beste løsningene. Det gjelder som mest når alvorlige ting står på spill. I dag tar vi fatt på denne stortingsperiodens siste sesjon. Vi er ikke på vei inn i noen rolig siste runde. Mer enn på lenge må vi erkjenne at vi ikke vet hva det neste året vil bringe. Vår oppgave er vanligvis å justere kurs og bygge langsiktig. Det er sannsynlig at vi denne høsten og vinteren igjen vil bli nødt til å slukke brann. I månedene som kommer, kan vi igjen oppleve at mange menneskers velferd sterkere enn vanlig avhenger konkret, og fra én dag til den neste, av det arbeidet vi utfører, og de beslutningene som fattes av oss her i salen. Derfor tar vi fatt på stortingsperiodens siste år vel vitende om at det ikke blir noen ren sjarmøretappe. Det blir hardt arbeid hele veien inn. Mange av oss skal også ut i valgkamp det neste året. Vi vet heller ikke hvordan valgkampen vil arte seg, men vi vet at samtidig som vi skal fremheve forskjellene mellom oss i valgkampens hete, må valgkampen føres med respekt. Det er ingen grunn til å møte vanskelige tider med hardere ytringer. Vi skal fortsatt stå sammen mot usaklighet, hets og urimelighet. Den tilliten som er vist oss, er det grunn til å bære med stolthet. La oss fortsette å løse oppgaven med ære. Når vi igjen er det i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss, og det ansvar vi har påtatt oss. Vi samles i det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og

Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse legges ut for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt.